resten av romertallene I–III, samtlige gjenstående paragrafer. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

andre ledd bokstav b og sendes til komiteen, der det bør være gjenstand for en rask behandling. Ber flere om ordet? – Arve Kambe.

På vegne av Høyre og Fremskrittspartiet – og som komiteens leder – støtter jeg presidentens forslag om å avvise forslaget. Det er svært travelt i en rekke komiteer, og dette er et forslag som kunne vært foreslått og behandlet en rekke ganger tidligere i løpet av sesjonen. Det er ikke noe hastverk med saken. Det går på uenighet om når trygdeoppgjøret skal komme, og det er i år – som i fjor – i statsbudsjettet med mulighet for justering i revidert budsjett. Det rette tidspunktet er i forbindelse med revidert budsjett.
forslag var behandling etter § 39 c, men når representanten Bergstø foreslår oversendelse til komité, anbefaler jeg Arbeiderpartiets stortingsgruppe å støtte det. I tillegg håper jeg at vi kan legge til grunn at dersom det det. I tillegg håper jeg at vi kan legge til grunn at dersom det blir oversendt til komité, vil det bli tatt under realitetsbehandling av komiteen og senere Stortinget.

Senterpartiet støtter også at denne saken skal sendes til komité og bli behandlet der, og at saken kan belyses gjennom komitébehandling og behandling i Stortinget. Flere har ikke bedt om ordet. Vi skal da votere over behandlingsmåten av Dokument